er det statsministeren som har et problem, fordi jeg siterer fra hva statsministeren har uttalt i dagens utgave av VG. Jeg har vist til hva regjeringen faktisk gjør, og jeg har vist til konsekvensene av det regjeringen gjør. Hvis vi ser på hva regjeringen gjør, er det en realitet at regjeringen har prioritert å bruke hundrevis av millioner på epler og pærer fremfor å investere i kompetente lærere som skal undervise våre barn, og at regjeringen har prioritert frivillig, assistentstyrt leksehjelp fremfor obligatoriske skoletimer i småskolen. Høyre utvidet timetallet med tolv timer. Det er flott at arbeiderpartiregjeringen har utvidet det med fem, seks. Men det er tydelige konsekvenser av den politikken som føres, og resultatet er at det er altfor få som ønsker å undervise våre barn. Da er mitt spørsmål: Hvilken strategi har regjeringen for at flere skal ønske å undervise våre barn i å lære å lese og skrive og småskolen? Det er jo nettopp det vi gjør. Sammenliknet med den forrige regjeringen, da Høyre hadde ansvar, har det vært en vesentlig styrking av lærerutdanningen her i landet, både når det gjelder fordypning og når det gjelder spesialisering. Det har vært en kraftig satsing på etter- og videreutdanning av lærere, og vi har en økning i søknader til lærerskolen, så bare framstillingen av at vi ikke satser på skole, er et uttrykk for en svartmaling som ikke kler Høyre. Det var punkt 1. Punkt er et uttrykk for en svartmaling som ikke kler Høyre. Det var punkt 1. Punkt 2: Vi har altså satset på flere undervisningstimer, men vi mener at f.eks. leksehjelp er et virkemiddel for å bidra til mer kunnskap i skolen. Vi kan ikke se noen motsetning mellom leksehjelp og det å ha mer satsing på kunnskap og innhold i skolen.

og ikke lenger legges i en skuff, og hun etterlyste flere aktive lokale skolepolitikere. Det må sannsynligvis være i Arbeiderpartiet det trengs flere aktive lokale skolepolitikere, for i Høyre mangler vi i hvert fall ikke slike rundt omkring i kommunene. Men det viktigste verktøyet for lokale skolepolitikere er kunnskap om resultatene av de nasjonale prøvene for hver enkelt skole. Er statsministeren klar over at disse resultatene faktisk holdes hemmelig i dag? Vet han at lokale skolepolitikere ikke får innsyn i hver enkelt av sine skolers resultater? Kan statsministeren her i dag love at resultatene nå blir offentlige, slik at de kan brukes aktivt til å forbedre arbeidet på hver enkelt skole i hver enkelt kommune? Vi har forbedret ordningen med nasjonale prøver vesentlig. Da vi overtok, var det full strid og veldig store problemer med håndteringen og gjennomføringen av ordningen med nasjonale prøver. Vi har fått på plass en ordning med nasjonale prøver Vi har fått på plass en ordning med nasjonale prøver som er godt forankret i skolen, og skoleeiere og skolens etater har tilgang til de dataene på en måte som gjør at de kan bidra til å bedre resultatene i skolene. Vi er opptatt av ikke å legge til rette for rangering. Det mener vi ikke er noen fordel for skolen. Vi er opptatt av å bruke de resultatene på en måte som gjør at vi faktisk kan bidra til å bedre dem. Tord Lien – til oppfølgingsspørsmål. På den samme skolepolitiske konferansen kom det

Der er Arbeiderpartiets Rita Ottervik ordfører. Mitt inntrykk er at statsråd Halvorsen mener at Rita Ottervik er best egnet til å styre kvalitetsutviklingen i trondheimsskolen. Men man kan tolke det slik at Arbeiderpartiet mener at statsråd Halvorsen er bedre egnet enn Rita Ottervik til å styre den samme kvalitetsutviklingen i Kan statsministeren redegjøre for om statsministeren har størst tillit til at Rita Ottervik styrer kvalitetsutviklingen i trondheimsskolen, eller om statsministeren mener at det bør overlates til Kristin Halvorsen? Jeg har veldig stor tillit både til statsråd Kristin Halvorsen og til ordfører Rita Ottervik, og jeg er helt sikker på at en god skole blir til i et samspill mellom sentrale politikere – regjeringspolitikere og lokale politikere. Vi trenger begge, og alle nivåer må være opptatt av skolen. Det er punkt 1. Punkt 2: Vi mener at vi fortsatt skal ha lokalt utviklingsarbeid. Punkt 3: Arbeiderpartiet har ikke gjort noe vedtak ennå, men det er riktig at det er en del av vår debatt foran vårt landsmøte. I spørsmålet om det å lage nye læreplaner, for det må i tilfelle bare være aktuelt når man lager nye læreplaner, om man skal ha så omfattende tidsbruk på den enkelte skole som vi har hatt nå, fordi vi er redde for at det kan gå på bekostning av tid til læring,

og undertegnede møtte sammen med en del andre dem som ledet forskningsprogrammet Utdanning 2020. De hadde en veldig klar melding, og det var at flere skoletimer gir verken økt læring eller økt motivasjon. Likevel ser vi at statsministerens store konklusjon, pakket lite grann inn i fiolin og dans og speideren, så det skal høres litt mer trivelig ut, nettopp er at det er flere timer i skolen som er svaret, og veien mot heldagsskole. Den store utfordringen for den norske skoledebatten er jo at både Arbeiderpartiet, som en stor aktør på venstresiden, og Høyre på høyresiden tror at det er flere timer som er det riktige svaret i norsk skole, når forskningen viser noe annet. er det riktige svaret i norsk skole, når forskningen viser noe annet. Er det slik at statsministeren ikke er enig med Marianne Aasen i at man skal se på hva forskningen sier kan gi gode resultater i skolen? Eller vil man nok en gang tilsidesette det, og gå for at det er flere timer som er det riktige svaret? Jeg mener det viktigste for å få en bedre skole er læreren. Derfor er alt vi kan gjøre for å få bedre og flere lærere, nøkkelen. og flere lærere, nøkkelen. Derfor har vi styrket lærerutdanningen – fordypning og spesialisering. Derfor har vi også styrket etter- og videreutdanningen av lærere. Men det er ikke det eneste vi skal være opptatt av. Vi skal også være opptatt av andre ting. Norge har tradisjonelt hatt et ganske lite antall skoletimer, spesielt i barneskolen, sammenliknet med mange andre land. Vi har ment at det har vært riktig å øke det, bl.a. for å styrke undervisningen i norsk, matematikk og engelsk. Det har vi også gjort i denne perioden. Men så har vi, som det kom fram på skolekonferansen, også en idé om at dersom vi er i stand til å gi gode tilbud i tilknytning til skolen, som f.eks. skolefritidsordning og leksehjelp, kan det fremme læring, og ikke undergrave læring. Enda bedre blir det hvis vi kan greie å sørge for at noen av de fritidsaktivitetene barn og ungdom er med på på kveldstid, kan gjøres i tilknytning til skolen. Det tror jeg er bra for barna og ikke minst for familielivet, for barna får mer tid sammen Men vi lytter til forskningen, og forskningen gir oss et klart budskap, nemlig at læreren er nøkkelen til en bedre skole, og det er vi helt enig i. Trine Skei Grande – til oppfølgingsspørsmål. Statsministeren sa at læreren er det viktigste for å få til en god skole. Statsministeren svarte på det forrige hovedspørsmålet at man skal bruke de store pengene på de viktige tingene. Denne regjeringen har brukt de store pengene på følgende ting: 993 mill. kr hvert år på timetallsutvidelse, 241,3 mill. kr hvert år på bananer, 462 mill. kr hvert år på ufaglærte leksehjelprådgivere. Men i den etter- og videreutdanningen som statsministeren skryter av, står en tredjedel av plassene ledige, fordi kommunene har for dårlig økonomi. Vi vet at innen 2020 kommer det til å mangle 000 lærere i norsk skole. Dette er en kjempeutfordring. Spørsmålet mitt er derfor: Hvorfor bruker statsministeren de store pengene på de tingene han ikke mener er viktig, nemlig ufaglærte leksehjelpere, bananer og timer, med lærere vi ikke mener er viktig, nemlig ufaglærte leksehjelpere, bananer og timer, med lærere vi ikke har? For det første er det regnestykket litt rart, for det representanten glemmer, er at de største pengene bruker vi gjennom kommunene. Når vi har gitt over 40 mrd. kr mer i inntekter til kommunene, har en stor del av det gått til å betale for skoler, lærere og innsats i utdanningen, slik at punkt 1, det er penger som går til skolen, men gjennom kommunene, og det er der de største pengene går. Punkt 2, i tillegg til det som nevnes, har vi bl.a. økt antall plasser i lærerskolen og bedret lærerutdanningen. Når vi er for flere timer, er det fordi vi mener at skolen trenger flere timer. Dessuten merker jeg meg at det nå er full splid på borgerlig side. Først kommer representanter fra Høyre opp og kritiserer meg for ikke å øke antallet timer nok, og så kommer representantene fra Venstre og Kristelig Så det hadde vært en fordel for denne debatten om dere kunne bli enige om hva dere mener er feil med regjeringens politikk, enten at det er for mange timer eller for få timer, for på en eller annen måte skal dere samle dere om et alternativ. Jeg håper vi aldri får se det – det skal vi sørge for ikke blir praksis. Dermed er den muntlige spørretimen omme. Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til

utdanning?» Først har jeg lyst å si til Tord Lien at jeg er veldig glad for det raidet som Fremskrittspartiet i dag har når det gjelder lærlingplasser i offentlig og særlig statlig sektor. Det er et gammelt godt SV-knep fra opposisjonen. Vi deler det gjerne med flere, for jeg er veldig glad for at det rettes søkelys mot den jobben staten og det offentlige også har ansvaret for når det gjelder å skaffe nok lærlingplasser. Vi har 3 000 elever i år som har startet på en yrkesfaglig utdanning som ikke har kunnet fullføre den med en lærlingplass, som de hadde tenkt, fordi vi ikke klarer å få lærlingplasser nok. Da er det avgjørende viktig at vi klarer å få til en ny samfunnskontrakt med næringslivet, for det er i deres egeninteresse at vi har lærlingplasser nok. Men staten og det offentlige må også stille opp. Jeg tror man i mange statlige virksomheter egentlig kan ha egentlig kan ha større fantasi når det gjelder hva slags lærlingplasser man kan stille opp med. Dessverre er det slik at statlig sektor i stor grad er mer kontorisert enn den var tidligere. Men også på den typen arbeidsplasser kan man tenke seg at man kan ha lærlingplasser for flere studieretninger enn kontorfag. Det vi nå

punktene som alle statlige virksomheter vet at det forventes noe av dem på, og som de blir sjekket på i etterkant. Det er med glede jeg merker meg både at statsråden har fått med seg at det er flere statsråder som er invitert til å svare på spørsmål i samme retning i dag, og at statsråden nå er tydelig på at man kan og bør få til mer. De bedriftene som er organisert i NHO, stiller alene til rådighet ca. 30 pst. av de lærlingplassene vi har – et tall som er langt høyere enn den samlede andelen av «arbeidskraftmassen» skulle tilsi. I dagens spørretime har vi hørt at regjeringen har har vi hørt at regjeringen har ambisjon om å øke antall årsverk i pleie- og omsorgssektoren med hele 12 000 nye årsverk. Tror statsråden at det er mulig uten at man stiller til rådighet flere lærlingplasser i forhold til

der. Hvis jeg skal gjøre opp litt status for staten: Vi har nå bedt om at man kartlegger hva som er potensialet for flere lærlingplasser. Det er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og FAD. Den kartleggingen viser – med noen forbehold – at det er et betydelig potensial for å ta inn noen flere lærlinger i staten. Omtrent halvparten av de statlige virksomhetene meldte om et potensial de statlige virksomhetene meldte om et potensial for økning. De største lærebedriftene i staten i dag er Forsvaret, Jernbaneverket, institusjoner i universitets- og høyskolesektoren og i samferdselssektoren, og samlet sett utgjør lærlingplasser i disse virksomhetene ni av ti lærlingplasser i staten. Vi skal følge opp dette nøye. Jeg har bare lyst til å si at det ikke er noen tilfeldighet at forsvarsministeren ikke er invitert hit i dag. Det er korrekt at Forsvaret i mange år har gjort en veldig viktig jobb med hensyn til å ha lærlinger i mange av sine avdelinger, og det må vi gi dem honnør for. Den øvrige forvaltningen har mye å lære av dem. Apropos eksempler på hvor vi trenger lærlingplasser: Kokkefaget er jo Så vidt jeg vet har regjeringen – i likhet med Stortinget – egen kantine, så det er jo ikke bare kontorfolk i forvaltningen heller. Jeg har lyst til å understreke én ting til, og det er at konjunkturer mange ganger rammer næringslivet kraftig, og dermed også kraftig, og dermed også lærlingplasser. Det gjør det jo ikke på samme måte i offentlig sektor, og derfor er det viktig at offentlig sektor øker sitt engasjement. Jeg ser fram til at storting og regjering i fellesskap får konkretisert de planene som statsråd Halvorsen nå legger opp. Jeg kan legge til at vi har i 2011 tatt inn en fellesføring i virksomhetenes tildelingsbrev, med mål om å øke antall lærlinger. Så forventningene til våre virksomheter med hensyn til det ansvaret de skal ta for lærlingsituasjonen, er betydelig innskjerpet. Det vi nå skal passe på, er at vi ligger tett på og forventer at dette følges opp, og at man bruker fantasien litt også utenfor sine egne kjernevirksomheter for å se hvor man kan stille opp med

lærlingplasser. Eg vil stille følgjande spørsmål til kommunal- og regionalministeren: «Ei av dei viktigaste årsakene til det store fråfallet i vidaregåande skule er mangel på lærlingplassar etter avslutta skulegang. Trass i at det i offentleg sektor er mange tilsette i stillingskategoriar med yrkesfagleg bakgrunn, tek det offentlege inn færre lærlingar enn i privat sektor. Kva vil statsråden foreta seg for å auke talet på lærlingplassar i offentleg sektor?»

og det er viktig at det offentlege tek sin del av ansvaret. Kommunane treng gode fagarbeidarar med rett kompetanse til å løyse dei velferdsoppgåvene som dei har fått ansvar for, og som dei vil få eit endå større og utvida ansvar for no når Samhandlingsreforma skal innfasast. Ein viktig jobb for regjeringa er difor å syte for både høg kvalitet på opplæringa og at mange nok vel ei fagopplæring. Det vil vere eit stort behov for faglært arbeidskraft i tida framover, både i privat og offentleg sektor. Utviklinga i talet på læreplassar har vore positiv dei siste åra, men som kunnskapsministeren sa, er det framleis utfordringar – det er for mange som ikkje får den læreplassen dei og offentleg sektor. Utviklinga i talet på læreplassar har vore positiv dei siste åra, men som kunnskapsministeren sa, er det framleis utfordringar – det er for mange som ikkje får den læreplassen dei ynskjer. Difor har regjeringa ved kunnskapsministeren teke initiativ overfor partane i arbeidslivet til ein fornya samfunnskontrakt for å auke talet på læreplassar. Det er i samband med dette arbeidet oppretta ei arbeidsgruppe der Eg er svært oppteken av at kommunane aukar talet på lærlingplassar, og det finst gode døme på kommunar som er førebilete her, og som gjennom dette òg lukkast betre med å rekruttere inn til sine organisasjonar. For tilgangen til kompetansearbeidsplassar er ei utfordring i delar av Kommune-Noreg, og dette er noko eg som kommunal- og regionalminister er særs oppteken av. Kommunane må vere attraktive arbeidsplassar for å tiltrekkje seg den rette kompetansen, og det å opprette læreplassar er ein måte å gjere seg attraktiv på. Under leiing av Kommunal- og regionaldepartementet og i samarbeid med KS og arbeidstakarorganisasjonane har me lansert «Sammen om en bedre kommune». Dette er eit utviklingsprogram som skal støtte opp om lokalt initierte prosjekt og tiltak som skal få fram kunnskap og gode eksempel til bruk for alle kommunar. «Kompetanse og rekruttering» er ei av utfordringane partane skal jobbe saman om i programmet. Det vil vere ein god arena for å lyfte fram bruk av læreplassar som ein viktig del av eit godt og framtidsretta rekrutteringsarbeid i Kommune-Noreg. Når det gjeld konkrete tiltak elles, viser eg til kunnskapsministeren som ansvarleg statsråd.

og dette er ikkje noko nytt problem. Dette er ein situasjon som har vore slik i alle dei åra som regjeringa har sete med styringsmakta her i landet. Det er jo forunderleg at ein ikkje har teke meir initiativ og lagt vinn på å få gjort noko med dette problemet på eit langt tidlegare tidspunkt, når ein har hatt høve til det. og lagt vinn på å få gjort noko med dette problemet på eit langt tidlegare tidspunkt, når ein har hatt høve til det. Når vi høyrer undervisningsstatsråden seie at det er 3 000 som ikkje har fått lærlingplassar, er det nesten utruleg at dette ikkje har resultert i at det har ringt bjøller langt tidlegare og at ein verkeleg har det. Eg veit ikkje om representanten Åge Starheim høyrer dårleg, eller om han ikkje vil høyre det som eg sa i mitt svar. For det eg sa, var at me har teke tak i dette saman med partane i arbeidslivet, saman med KS, som er kommunesektoren sin organisasjon. Det går føre seg viktige drøftingar, og dei drøftar konkrete tiltak, og utviklinga har trass i alt vore positiv dei siste åra. Det har ikkje vore slik at me har sete i ro utan å gjere noko med det. Så eg vil på det sterkaste imøtegå påstanden frå representanten Åge Starheim og seie det som rett er, at både regjeringa og det partiet eg tilhøyrer, har vore pådrivarar for å få fram nettopp dei praktiske faga, få dei praktiske faga inn att, få valfag inn att i skulen og dermed òg få betre rekruttering til desse faga og syte for betre rekruttering til desse faga og syte for at dei som tek utdanninga, skal få gode læreplassar. Det er ofte sagt at dersom ein ønskjer at ei sak skal ta lang tid, og at det skal skje lite, skal ein setje ned eit utval. Eg skjønar at statsråden og regjeringa har jobba med dette. Men når vi får opplyst at det er 3 000 som ikkje får lærlingplassar, og når vi også veit at det om kort tid, når Samhandlingsreforma trer i kraft 1. januar 2012, vil det vere trongt for veldig mange

Eg registrerer at ein prøver å skape inntrykk av at regjeringa ikkje har gjort noko. Eg meiner framleis at det er feil. Det er òg slik at der me i ulike samanhengar møter kommunesektoren, har me vore opptekne av m.a. lærlingplassar og at kommunane skal ta inn fleire. Eg kjem til å fortsetje med det trykket. og at kommunane skal ta inn fleire. Eg kjem til å fortsetje med det trykket. I min kontakt med KS er eg heilt klar på dette, og eg er òg heilt overtydd om at KS og kommunane sjølve ser rekrutteringsutfordringa som dei har, og gjer noko med det. For det er dei som er dei ansvarlege til å ta tak i dette. Me skal leggje til rette for det, me skal finne tiltak som gjer at det blir endå meir attraktivt. Det er me i gong med, og det skal me få til. «I disse dager er det ti år siden Norge fikk handlingsregelen. Venstre mener nå er tidspunktet kommet for å foreta en evaluering av regelens første ti år. Finansministeren er i disse dager i gang med å vurdere et utvalg som skal gi råd om modell- og metodevalg i Finansdepartementet. Jeg registrerer at det nå er stadig flere som tar til orde for også å nedsette et utvalg som bør se på om oljepengene har vært brukt etter intensjonen, eller om det bør foretas endringer. Hva synes statsråden om et slikt forslag?» Det er et viktig og interessant spørsmål som her blir stilt. Det gir meg mulighet, i hvert fall innenfor en begrenset tidsramme, til å trekke noen lange linjer i den sammenhengen. Stortinget behandlet i 1974 St. meld. 25 for 1973–74 om oljevirksomheten framover. Der slo en fast noen viktige prinsipper som jeg synes det er grunn til å minne om, for det første at oljeressursene skulle være folkets eiendom og dermed også underlagt og dermed også underlagt folkevalgt kontroll. For å utføre oljepolitikken opprettet en Statoil som et heleid statlig selskap. En sa at en skulle bruke inntektene til å skape et kvalitativt bedre samfunn, en sa at en betydelig del av oljeformuen skulle investeres i utlandet, at bare en liten del skulle gå til forbruk, og at en samtidig skulle ha tanker om det som kom etter at oljealderen eventuelt var over. Så har en også lagt til grunn at oljeinntektene skulle brukes for å jevne ut svingninger i økonomien, altså en forløper til den handlingsregelen som kom for snart ti år siden, som vi kan omtale som 4 pst.-regelen. Da den saken ble behandlet i Stortinget i 2001, sluttet hele finanskomiteen og Stortinget seg til de hovedmål som Stoltenberg I-regjeringen hadde for den økonomiske politikken: arbeid for alle, en rettferdig fordeling, videreutvikling av det norske velferdssamfunnet og en bærekraftig utvikling. Samtidig ble det lagt stor vekt på å bruke handlingsrommet til å øke vekstevnen i norsk økonomi. Så kan en sikkert ha ulike oppfatninger om hva som er de beste tiltakene for å støtte opp under verdiskaping og vekst. eksempel vil jeg mene at det å investere i dagens og framtidens arbeidskraft er noe av det viktigste vi kan gjøre for å styrke vekstevnen og potensialet i økonomien. Derfor er barnehager viktig, derfor er satsing på grunnskole og utdanning viktig. Så er det slik at det er mange ulike synspunkter på den økonomiske politikken både i og utenfor Stortinget. og utenfor Stortinget. Det kan være en illustrasjon på at det ikke er noe fasitsvar på hva som er god eller ønsket bruk av oljepenger eller av andre offentlige inntekter for den saks skyld. Stortinget må velge, regjeringen må velge. Det jeg er opptatt av, er at den politiske rollen i forvaltningen av disse store ressursene må ligge i Stortinget og i de folkevalgte organer. Slik sett mener jeg det

Har det blitt sånn? Jeg tenker da konkret på det med skattelette til næringslivet. Hvis en ser denne perioden under ett, har det på ett område f.eks. skjedd store endringer, i deler av formuesskatten. Det innebærer selvsagt at noen har fått økning i skatten, men samtidig har en lang rekke enten blitt fritatt for formuesskatt eller fått lavere skatt. En gjorde også noe med personskatten i den perioden, som bidro til å øke arbeidstilbudet. Så er det slik at vi investerer mer nå i infrastruktur, samferdsel, enn vi noen gang tidligere har gjort. Forskningsbevilgingene har økt kraftig den siste tiden, samtidig som vi har lagt veldig stor vekt på økt satsing på barnehager og utdanning. alt i alt har en etter min oppfatning – det er ulike politiske oppfatninger om det – brukt disse midlene på en god og fornuftig måte. Hvis en tar hele historien fra tidlig på 1970-tallet, mener jeg vi har oppfylt et av de viktigste hovedmålene, nemlig å bygge et samfunn av bedre kvalitet, noe som både synes i offentlig velferd og ikke minst i kvinners yrkesdeltakelse, som en viktig del av den jobben.
Jeg takker igjen for svaret. Venstre er spesielt opptatt av verdiskapende skattelette, som finansministeren helt sikkert har fått med seg. Jeg ønsker å sitere sentralbanksjef Øystein Olsens første årstale. Der sier han følgende: «Myndighetene har brukt handlingsrommet til å gjennomføre standardøkninger og øke utgiftene på en rekke områder. Prioritering av tiltak som styrker produktiviteten og vekstevnen på lengre sikt, herunder justeringer i skattesystemet, synes derimot å ha kommet noe i bakgrunnen.» Deler finansministeren dette synet?

Det er det ene. Det andre er videreutviklingen av det som også har skjedd i denne perioden, samarbeidet mellom partene i forbindelse med inntektsoppgjør og andre viktige spørsmål, som gjør at Norge har en veldig produktiv økonomi. Vi har Europas laveste arbeidsledighet og blant den høyeste yrkesdeltakelsen i Europa, samtidig som vi også ser at produksjonen har tatt seg raskere opp igjen i Norge enn i andre land. Alt i alt mener jeg dette borger for at vi har en politikk som må bygge opp under næringslivet og bedriftenes evne til å produsere i og fra Norge. Dette spørsmålet er overført til miljø- og utviklingsministeren som rette vedkommende. Spørsmålet er imidlertid utsatt til neste spørretime, da statsråden er bortreist. «En av de viktigste årsakene til har en politikk som må bygge opp under næringslivet og bedriftenes evne til å produsere i og fra Norge. Dette spørsmålet er overført til miljø- og utviklingsministeren som rette vedkommende. Spørsmålet er imidlertid utsatt til neste spørretime, da statsråden er bortreist. «En av de viktigste årsakene til det store frafallet i videregående skole er mangel på lærlingplasser etter endt skolegang. Til tross for at det i departementet og de underliggende etater er til dels mange ansatte i stillingskategorier med yrkesfaglig bakgrunn, tas det i staten inn færre lærlinger enn i privat sektor. Hva

Eit viktig arbeid for regjeringa er difor å sjå til at det både er høg kvalitet på opplæringa, og at mange nok vel fagopplæring. Det er viktig at statsforvaltninga tek sin del av ansvaret for fleire læreplassar. I 2010 kartla Kunnskapsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet potensialet for fleire lærlingar i alle verksemder i statsforvaltninga. Kartlegginga viser, med nokre atterhald, at det er potensial for fleire lærlingar i omtrent halvparten av dei statlege verksemdene. For å ansvarleggjera dei statlege verksemdene har regjeringa vedteke å ta inn ei fellesføring i tildelingsbreva for 2011 med mål om auke i talet på lærlingar. Talet på lærlingar, fordelt på lærefag, skal gå fram av årsrapportane. På bakgrunn av kartlegginga og oppfølging i verksemdene av fellesføringa inneverande år, vil utviklinga bli følgd opp i styringsdialogen mellom det einskilde departement og verksemdene. Vi har som mål at dette skal medverka til auke i talet på lærlingar i statsforvaltninga. Etter omdanninga av dei tidlegare forvaltningsverksemdene NSB, Posten og Luftfartsverket til aksjeselskap har talet på tilsette med yrkesfagleg bakgrunn i etatane under Samferdselsdepartementet gått monaleg ned. Det same resultatet finn vi ved etableringa av produksjonsverksemda til Vegvesenet som aksjeselskap. Både departementet sjølv og etatane rekrutterer i stor grad medarbeidarar med utdanning utover vidaregåande skule eller yrkesfagleg opplæring. Jernbaneverket er i dag den einaste av etatane som driv produksjonsverksemd sjølv og har behov for lærlingar i større utstrekning. Jernbaneverket hadde ved starten på skuleåret 2010–2011 til saman 117 lærlingar innan banefag, signalfag og energi/kontaktledning. Statens vegvesen hadde på same tid fem lærlingar innan

Avgrensinga når det gjeld talet på nye lærlingar, ligg primært i at det er krevjande for erfarne fagarbeidarar både å skulla utføra dei daglege oppgåvene i ei tid med sterk satsing på jernbane og samstundes driva med opplæring. For departementet og dei andre etatane er det små moglegheiter for å ta inn eller auka talet på lærlingar. Jeg vil takke statsråden for svaret. Alle er jo enige om at dette er en viktig oppgave. Vi vet at mange av dem som går inn i disse yrkene, er folk som både liker at det lukter asfalt, og å kjenne på det å bygge jernbaneskinner – ikke sitte på skolen og lære om det i teorien, men være ute og lære i praktisk arbeid. Jeg har lyst til å utfordre statsråden litt, for når man ser på banemontørfaget, er det bare drøye 60 pst. som får plass, på sveisefaget er det 42 pst., altså forholdsvis få. I tillegg vet vi at innenfor telekomoperatører er det nede i 43 pst. Det må jo bety at det er et stort potensial, som jeg har lyst til å utfordre statsråden til å være litt mer tydelig på. Selv om staten nå ikke driver alt som forvaltning lenger, er tross alt en god del statlige bedrifter 100 pst. eid av staten, der statsråden er en ganske sentral aktør. Jeg har lyst til å utfordre statsråden litt på hva hun tenker rundt det. Lat meg fyrst gje honnør til Framstegspartiet fordi dei har reist denne saka. Dette er eit område som regjeringa er oppteken av, og som det er veldig bra at det er stor merksemd rundt, nettopp fordi det nok er litt for mange elevar som opplever ein teoretisk skule. Ein meir praktisk skule òg i grunnskulen kjem regjeringa til å koma tilbake til. Så til Hoksrud sine eksempel. Eg skal ta med meg alle dei tilbake til til dei ulike avdelingane. Eg trur nok at årsaka til at tala her ikkje er endå høgare frå Jernbaneverket si side, sjølv om dei har auka i den seinare tida, er ein kombinasjon av at her skal det utførast arbeid, og samstundes skal ein rettleia lærlingar. Det er veldig bra at statsråden tar med seg disse tingene tilbake. og samstundes skal ein rettleia lærlingar. Det er veldig bra at statsråden tar med seg disse tingene tilbake. Vi vet at vi har enorme oppgaver foran oss på samferdselssiden, noe som betyr at det vil være et enormt behov for både folk som skal utføre dette, folk med fagkompetanse og folk som er utdannet til å gjøre jobben. Fordi kunnskapsministeren sa at regjeringen i forbindelse med tildelingsbrevet har gitt noen klare føringer når det gjelder dette med lærlinger, og siden statsråden jo er generalforsamling i en rekke statlige selskaper 100 pst. eid av staten, kunne jeg godt tenke meg å vite om statsråden som generalforsamling har tatt dette opp konkret i de selskapene som en del av behandlingen, nettopp for at de statlige selskapene skal ha fullt trøkk på å få flere unge mennesker ut på lærlingkontrakt. Når vi da ser at det private næringslivet går langt foran staten,

som òg kan brukast meir både av meg som statsråd når eg er ute, og av representanten Hoksrud og andre, er å spørja ulike bedrifter, anten dei handterer asfalt eller det er anna arbeid som blir utført: Kor mange lærlingar har de? Det

planlegges ny kraftlinje og ny veiforbindelse. Begge prosjektene omfatter de fem kommunene Lindås, Meland, Radøy, Askøy og Øygarden. Begge prosjektene har felles mål for ferdigstillelse i 2016. Muligheten for å samordne prosjektene slik at jordkabel kan brukes på hele eller deler av kraftlinjen, er stor, men krever handling fra overordnet statlig myndighet. Samordning kan gi stor samfunnsøkonomisk gevinst. Vil statsråden ta politiske initiativ for å få til samordning?» Eg viser til olje- og energiministeren sitt svar av 3. mars 2011 på spørsmål nr. 943 frå representanten Representanten viser til at ny kraftline og nytt vegsamband kan kombinerast mellom Mongstad og Kollsnes, og spør om olje- og energiministeren vil ta initiativ til ei nærare utgreiing og vurdering av dette. I svaret blir det m.a. gjort greie for vegprosjektet Tverrsambandet og styringa av det. Av konklusjonen går det fram at det er opp til Sambandet Vest AS å vurdera om samordning er er etablert eit selskap, Sambandet Vest AS, og Hordaland fylkeskommune møter som observatør i styret. Statens vegvesen har oppnemnt ein person som selskapet kan kontakta ved høve. Prosjektet er ikkje teke inn i fylkeskommunen sine planar, og det er ikkje gjort fylkespolitiske vedtak om prosjektet. På generelt grunnlag meiner eg det er positivt å sjå om det er mogleg med samordning mellom veg- og kraftutbygging, sjølv om det kan ha sine utfordringar når det kjem til praktisk gjennomføring, som t.d. høgspentkablar i tunellar og bruer, samt andre driftstekniske forhold. Eg kan nemna at det er etablert eit samarbeid mellom Noregs vassdrags- og energidirektorat – NVE – og Statens vegvesen regionalt når det gjeld vidare planlegging av Sotrasambandet. Eg føreset at same samordning kan vurderast for Statens vegvesen sitt arbeid med prosjektet Mongstad–Kollsnes, dersom dette er eit ynske frå Hordaland fylkeskommune som vegeigar. Jeg er vel kjent med svaret fra olje- og energiministeren, som i stedet for å ta ansvar peker på en av aktørene i en slik problemstilling. Det viser ikke overordnet vilje til samordning. Et av mange poenger i nettopp denne samordningssaken er at det aktuelle veiprosjektet – derfor også spørsmål til samferdselsministeren – Tverrsambandet kan gi Bergen betydelig hjelp til å redusere gjennomgangstrafikken til og fra vest, som i dag bruker E39 over Nordhordlandsbrua og kjører via Bergen sentrum. Dette forholdet alene tilsier at man fra nasjonalt politisk bør engasjere seg i samordning som en del av arbeidet med å redusere trafikkbelastningen i Norges nest største by. Jeg minner om at Bergen har store utfordringer knyttet nettopp til gjennomgangstrafikk. Jeg gjentar derfor spørsmålet: Vil samferdselsministeren ta initiativ for å få utløst god samordningseffekt mellom veibygging og bygging av kraftspenn? I dette prosjektet er det altså ein fylkesveg som ikkje er teken inn i fylkeskommunen sine planar, der det ikkje er gjort fylkespolitiske vedtak om prosjektet. Men eg kan gjenta det eg sa, at eg tykkjer for det fyrste generelt at det er positivt å sjå på om det er mogleg med ei samordning mellom veg- og kraftutbygging, vel vitande om at det kan bli spesielle utfordringar knytte til det. Lat meg i tillegg seia at den same samordninga som no skjer når det gjeld planlegginga av Sotrasambandet, meiner eg kan vurderast

samkjøring av store prosjekter.» Samkjøring og samordning er viktig, men det er også utrolig vanskelig. Det krever først og fremst at noen gjør noe. Ofte blir det slik at partene peker på hverandre og sitter helt i ro, uten at noe skjer i det hele tatt. Det er jo her regjeringen og de berørte statsråder for de områdene som er inne i en mulig samordning, har et særskilt ansvar. og de berørte statsråder for de områdene som er inne i en mulig samordning, har et særskilt ansvar. Derfor er igjen utfordringen til nettopp samferdselsministeren, fordi dette samordningsprosjektet inkluderer et viktig veiprosjekt som altså kan løse store transport- og veiproblemer i Bergensregionen: Vil samferdselsministeren ta initiativ til en samordning, eller nøyer hun seg med å peke på andre? Eg meiner å hugsa at eg òg har fått spørsmål representanten Sortevik om dei ansvarsforholda som er knytte til ulike typar vegar, der det nettopp var eit sjølvstendig poeng å halda på ansvarsforholdet, og der det frå regjeringa si side var eit eige poeng å gje fylkeskommunane ansvar for fleire vegar fordi dei skulle kunne sjå regional utvikling meir i samanheng. Det er difor fylkeskommunen no er ein fire gonger så stor vegeigar som staten. Så nemner Sortevik ei kopling, og det gjeld E39. Når det gjeld den delen, skal eg sjekka saka noko nærare. Men eg held fast ved at det

fast ved at det som er fylkeskommunen sitt ansvar, skal vera fylkeskommunen sitt ansvar. «Ved Oslo universitetssykehus er det nedlagt 17 avgiftningsplasser i 2010, og det er planlagt å legge ned 12 nye plasser i 2011. Dette er gjort for bl.a. å finansiere 13 plasser i rusakuttmottaket, som skulle føre til en økning Hva er det i pasientgrunnlaget som gjør at statsråden mener det er forsvarlig å redusere antallet avgiftningsplasser ved Oslo universitetssykehus' opptaksområde?» Spesialisthelsetjenesten skal vurdere den rusmiddelavhengiges helsetilstand og rett til nødvendig helsehjelp på grunnlag av en henvisning fra lege eller sosialtjeneste. Dersom pasienten har rett til eller behov for avrusning, skal dette tilbys innenfor forsvarlig tid. Er tilstanden til pasienten så alvorlig at det er behov for akutt avrusning eller avgiftning, skal dette tilbys uten unødig opphold. Det er de regionale helseforetakenes ansvar å sørge for tilstrekkelig kapasitet i tilbudet til rusavhengige. Dette gjelder både øyeblikkelig hjelp, avrusning/avgiftning og oppfølging. Helse Sør-Øst opplyser at det var 65 døgnplasser innen avgiftning/avrusning i Oslo ved inngangen til 2010. Nå i 2011 er det 40 avgiftningsplasser på Sinsen, og det er 13 døgnplasser ved Rusakuttmottaket, som ble etablert i 2010. Samlokaliseringen av rusakuttmottaket og avgiftningsavdelingene på Sinsen er en betydelig faglig styrking av akutt- og avgiftningstilbudet i Oslo. I 2010 ble det etablert to–tre egne observasjonssenger for rusmiddelavhengige ved Oslo legevakt. Helse Sør-Øst opplyser at det i 2010 også ble etablert 16 nye døgnplasser for korttidsbehandling og 16 dagplasser for unge rusavhengige. Ingen som har behov for akutt avrusning eller avgiftning, skal bli avvist. På et liknende spørsmål fra representanten Høie i forrige spørretime svarte jeg at rusavhengige også kan henvende seg direkte til Rusakuttmottaket uten henvisning fra lege eller sosialtjeneste. Helse Sør-Østs vurdering er derfor at det samlede tilbudet i Oslo innen rus- og avhengighetsbehandling er styrket fra 2010. Jeg oppfatter tilbakemeldingene fra Helse Sør-Øst slik at de følger utviklingen nøye, med tanke på å sikre nødvendig kapasitet på akutt- og avgiftningstilbudet i Oslo. Ingen som har behov for avrusning eller akutthjelp, skal – som sagt – bli avvist. Regjeringen er svært opptatt av å sikre mennesker med rusproblemer et tilgjengelig, kvalitativt godt og individuelt tilpasset behandlingstilbud. Jeg vil følge nøye med på utviklingen i Oslo. Samtidig vet vi at det gjenstår mange utfordringer på rusfeltet. Derfor vil vi komme tilbake til Stortinget med en stortingsmelding som tar opp spørsmål om kapasitet og kvalitet i det samlede hjelpetilbudet til mennesker med rusproblemer. Jeg takker for svaret, og har for så vidt hørt mye av dette tidligere – at rusfeltet er styrket, at det skal følges nøye med, og at ingen skal bli avvist. Men da må jo spørsmålet bli om helseministeren mener at alle disse bekymringene og all den kritikken som kommer fra ansatte og brukere som ser dette, og som føler dette på kroppen hver eneste dag, er signaler det ikke er noe å bry seg om. Eller er det slik at helseministeren kunne tenke seg også å snakke med noen andre enn representantene for Helse for Helse Sør-Øst? For de som sitter i Helse Sør-Øst, er tydeligvis ikke på bølgelengde med dem som er på gatenivå – for å si det rått og brutalt. Når spørsmålet omfatter omfanget av tilbudet – i hvert fall i utgangspunktet – må jeg nesten svare på det. Jeg mener at rustilbudet er styrket. Og når jeg sier at jeg følger med, er det selvfølgelig viktig, for vi vet at det er mange rusavhengige som trenger behandlingstilbud. Vi kan bare se på tallene. Da ser vi at det er flere som får rett til nødvendig helsehjelp, og det er flere som får behandling. Så vet vi at dette er et område hvor det ikke bare er ett ledd i kjeden som må være på plass; alle ledd i kjeden må være på plass. bare er ett ledd i kjeden som må være på plass; alle ledd i kjeden må være på plass. Om spesialisthelsetjenesten gjør sin jobb alene, er kanskje ikke det tilstrekkelig for å hjelpe den rusavhengige i hele behandlingsforløpet. Derfor er jeg opptatt av at vi skal lykkes med dette, og derfor har vi også gitt veldig klare meldinger til spesialisthelsetjenesten gjennom oppdragsdokumenter og foretaksmøter om at dette er en gruppe som skal prioriteres. Jeg synes det er veldig vanskelig å forstå at færre plasser Nå er det slik at mange får en avrusning/avgiftning, og så blir de sluppet rett ut på gaten igjen uten noen oppfølging, hvorpå de må inn igjen til en ny avrusning før behandling. Hvis Hvis det er slik å forstå at man i større grad skal gi behandling rett etter avrusning, slik at man slipper å avruse seg et par–tre ganger før behandling, kan vi være enige om at det er en styrking, men slik som situasjonen er per i dag, oppfattes det av brukerne ikke som en styrking. Det er færre plasser – det er
Hvis vi bare teller antall senger, er det ikke sikkert at det gir et riktig bilde av den totale behandlingssituasjonen. Igjen er det slik at det må vurderes i hvert enkelt helseforetak hvordan behandlingsapparatet skal innrettes, selvfølgelig i tråd med de nasjonale føringene som er.

til helsehjelp som den alle andre pasienter har. Det er det viktig for meg å få formidlet, og det er det viktig for meg å understreke også overfor helseforetakene. Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Røyking er en risikofaktor for mange sykdommer, bl.a. hjerte- og karsykdommer. Til tross for dette er ikke legemidler til røykeavvenning omfattet av dagens refusjonsordning. Andre land har allerede innført ordninger med gratis eller subsidierte legemidler. Helsedirektoratet har anbefalt at det bør åpnes for mulighet til refusjon etter dagens blåreseptordning for legemidler til røykeavvenning. Vil statsråden ta initiativ til at slike legemidler

Målet i Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbeidet 2006–2010 var å halvere ungdomsrøykingen og redusere andelen røykere i befolkningen til under 20 pst. Dette målet har vi nådd, og det viser også at tiltakene våre har effekt. Det er likevel fortsatt 700 000 nordmenn som røyker daglig. Jeg har derfor satt i gang arbeid med en ny nasjonal tobakksstrategi. I forberedelsene til dette arbeidet inviterte jeg Verdens helseorganisasjon til å evaluere det tobakksforebyggende arbeidet i Norge. En viktig tilbakemelding var at røykeavvenningsarbeidet er begrenset, at tilbudet er for lite tilgjengelig, og at kvaliteten varierer. Dette er derfor noe av det vi ser videre på i arbeidet med en ny tobakksstrategi. Det gis i dag ikke refusjon for legemidler til røykeslutt over Legemiddelforskriften § 14-14 fastsetter at legemidler til behandling av nikotinavhengighet ikke kan innvilges forhåndsgodkjent refusjon. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har oppsummert forskning om effekt og sikkerhet av legemidler til røykeslutt. De konkluderer med at slike legemidler øker sannsynligheten for å være røykfri etter ett år, og at disse preparatene kan defineres som kostnadseffektive, sammenlignet med ingen behandling. Jeg har bedt Helsedirektoratet om å levere forslag til en nasjonal plan for tobakksavvenning. Tilbud om legemidler er bare ett av mange tiltak. Andre viktige tiltak er veiledning hos fastlegen, hos tannlegen, ved helsestasjonen og frisklivssentralene, og